var født 24. februar 1928 i Bergen. Han tok artium i 1946 og ble cand.theol. allerede i 1949. Han tok den teologiske doktorgrad i 1955 på en avhandling om Søren Kierkegaards kristendomssyn. Etter en kort periode som hjelpeprest i Oslo, ble han i 1954 lektor ved Oslo offentlige lærarskule. Lønning ble innvalgt på Stortinget fra Oslo ved stortingsvalget i 1957. Nominasjonen på Høyres liste kom overraskende, siden han aldri tidligere hadde engasjert seg partipolitisk. Det viste seg imidlertid raskt at Høyre i Lønning fikk en representant som kombinerte glitrende formuleringsevne og stringent argumentasjon med stor faglig og saklig tyngde. I 1959 ble Per Lønning også dr.philos. – nå på en avhandling om Gjennom sine åtte år på Stortinget satt Per Lønning hele tiden i kirke- og undervisningskomiteen, som ved siden av utdannelse og kirkespørsmål også hadde ansvaret for NRK og kulturpolitikken, inkludert språksaken. Dette var områder som passet Lønning både faglig og yrkesmessig. Han markerte seg raskt som en av Høyres fremste talsmenn på fagfeltene, nettopp i en tid da skole og kultur ble politisk viktigere enn tidligere. Lønning engasjerte seg også i en rekke andre saker, som f.eks. abortspørsmålet og utenrikspolitikken. I en periode var han medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling. Per Lønning ble utnevnt til domprost i Bergen i 1964 og gikk ut av Stortinget neste høst. Han ble i 1969 utnevnt til biskop i Borg, et embete han i 1975 forlot i protest mot Stortingets vedtak om I de neste årene hadde han en rekke oppdrag innenfor teologisk forskning og undervisning, bl.a. som dosent ved Universitetet i Oslo og som professor i Strasbourg. I 1987 ble Per Lønning biskop i Bjørgvin, og satt i dette embetet til han gikk av med pensjon i 1994. Per Lønning var gjennom alle år en uhyre aktiv deltaker i norsk samfunnsdebatt. Han var med en helt usedvanlig intellektuell tyngde, kombinert med sterke og prinsipielt begrunnede holdninger. Han var også svært produktiv som både forfatter og salmedikter. Vi minnes Per Lønning for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader: fra representantene Christian Tynning Bjørnø , Mazyar Keshvari , Eirik Milde , Geir Sigbjørn Toskedal , Kristin Vinje og Rigmor Aasrud om permisjon i tiden fra og med 16. oktober til og med 11. november, alle for delta i De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling, andre del, i New York fra representanten Arild Grande om foreldrepermisjon i tiden fra og med 17. oktober til og med 6. november fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon i tiden fra og med 7. november til og med 4. desember Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og innvilges. Følgende vararepresentanter

representantforslag. På vegne av stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og meg selv har jeg den ære å fremme et representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn. Representanten Janne Sjelmo Nordås vil fremsette et representantforslag.

På vegne av stortingsrepresentantene Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og meg selv vil jeg sette fram et forslag om utsatt slukking av FM-nettet. Representantforslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Jeg vil aller først takke komiteen for godt samarbeid i denne saken. Det er

fra regjeringen var varslet i integreringsmeldingen, men følger også opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 800. For å si lite grann om forslaget: I henhold til dagens regler er personer som bor i private bokollektiv, utelukket fra bostøtteordningen, selv om de ellers fyller vilkårene for støtte. Lovforslaget innebærer at personer som bor i bokollektiv som er godkjent av kommunen, også kan få Derfor blir bostøtten mer fleksibel med dette lovforslaget. Det legger også til rette for at flere flyktninger og andre vanskeligstilte kan få tilbud om et godt hjem til en rimelig pris. Forslaget legger også til rette for bedre integrering, og at flere kan bli selvhjulpne. I komiteen var man enig om at denne saken skulle behandles raskt, og jeg er glad for at vi kort tid etter at vi fikk saken, nå kan legge den fram her i Stortinget. Jeg vil avslutte der jeg begynte, med å takke komiteen for godt samarbeid, og har egentlig ikke noe ytterligere å tilføre saken akkurat nå. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter at det var ringt til votering, uttalte Stortinget er klar til å gå til votering.

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er